som er i samsvar med den politikk som vi ønsker skal føres. Derfor mente vi det var riktig å endre lovverket på dette punktet. Ettersom det er bestemmelser i Grunnloven om det, var det også riktig å endre Grunnloven, mente vi. Jeg vil bare understreke at det er ingen som bestrider at Høyesterett kunne fatte det vedtaket de fattet, men ettersom de gjorde slik de gjorde, mener vi det er nødvendig å endre Grunnloven. Så har forslagsstillerne levert inn forslaget i tre forskjellige alternativer. Det er det som i innstillingen er referert til alternativene 1 B, 2 B og 3 B. Jeg vil bare presisere at Grøvan i sitt innlegg refererte forslag 1 B. Det som Arbeiderpartiet og SV i dag har foreslått, er forslag 3 B i innstillingen. Det lyder altså noe annerledes enn det som Grøvan refererte i sitt innlegg. Bare for at forslaget skal bli riktig – det som er tatt opp igjen i dag, lyder som følger: «Kjøpesummer og inntekter av geistlighetens benefiserte gods, som bare skal anvendes til geistlighetens beste og til opplysningens fremme, forvaltes av kongen på den måten Stortinget har bestemt.» Det er ikke riktig som Grøvan sa, at regjeringen skal disponere det. Det er det ingen som har foreslått. Fondets oppbygging, fondets virkeområde og hva inntektene til fondet skal brukes til, berører vi ikke. Det skal være som det er, men det gjelder altså forvaltningen av fondet. Det er ikke snakk om at noen skal ta midlene fra Opplysningsvesenets fond og bruke dem til andre ting. Jeg vil bare ha det presisert. Det er altså et forslag om hvordan fondet skal disponeres. Det skal fortsatt kun brukes til geistlighetens beste og til opplysningens fremme, men vi har lagt inn at det skal forvaltes av Kongen, altså regjeringen, på den måten Stortinget har bestemt, slik at også andre samfunnsmessige hensyn skal kunne vektlegges i forvaltningen. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 7. Dette er en sak der komiteens flertall er

Alle medlemmene, unntatt medlemmet fra Sosialistisk Venstreparti, uttaler at dagens frister og organisering av framleggelse av grunnlovsforslag ivaretar demokratiske prinsipper på en tilfredsstillende måte. Komiteens flertall er fornøyd med måten Stortinget innretter sitt arbeid på når det gjelder grunnlovsforslag, og ønsker ikke å endre dette. Derfor foreslår vi at forslaget ikke bifalles.

det var mindre media, mindre muligheter for spredning av informasjon, og det tok lengre tid å drive folkeopplysning. Så kan man selvfølgelig diskutere hvorvidt folkeopplysningen går mye raskere i dag enn tidligere, men det er i hvert fall sånn at muligheten til å nå bredt ut med store kontroversielle saker er av en helt annen klasse i dag enn det var den gangen Grunnloven ble laget. Det gjør også at for å sikre et offentlig ordskifte om kontroversielle grunnlovsendringer, som tar et helt storting nå, er det mindre behov for i dag enn det var tidligere. Det gjør at vi mener det er tilfredsstillende at man har et halvt år, altså seks måneder, som det ligger i forslaget. Vi fremmer derfor dette forslaget. Vi ser at det ikke blir bifalt i dag, og jeg hørte også representanten Jette Christensen bruke den klassiske konservative inngangen: Vi synes det er greit slik som det er i dag, og jeg hørte også representanten Jette Christensen bruke den klassiske konservative inngangen: Vi synes det er greit slik som det er i dag, derfor vil vi ikke forandre det. Jeg tror at det å ha en ytterligere mulighet gir rom for at det ville være mulig å fremme flere grunnlovsforslag. man alltid si at hvis man har noe klokt man skal tenke på, kan man tenke godt i løpet av de tre første årene i stortingsperioden i stedet for det siste. Men vi ser ingen gode grunner for at man ikke også burde ha mulighet i det fjerde storting i en periode. Derfor fremmer vi det forslaget. Da har representanten Heikki Eidsvoll Holmås tatt opp forslaget han refererte til. En kort merknad. For det første vil jeg uttrykke en viss sympati med representanten

være. Selve Grunnlovens system, som også representanten Holmås var inne på, er tilpasset et samfunn der informasjonsstrømmene fløt langsommere, for å si det forsiktig. Nå blir det ikke flertall for å gjøre noe, for jeg tror at selv om vi gikk inn for forslaget fra representanten Langeland, ville ikke det avhjelpe situasjonen særlig mye. Grunnen til at jeg tar ordet, er at jeg vil gjøre oppmerksom på noe annet som har med folkeopplysning å gjøre. Det er den vanen eller kutymen – jeg håper det ikke er blitt det siste, at det bare er en uvane – at nå fremsettes jo grunnlovsforslag av en flerhet, av et konglomerat av representanter, slik at man til slutt har opphevet den vanlige veiledningen som ligger i å se hvilke partier som har stilt seg bak grunnlovsforslagene. Så viser det seg at det ligger over et valg, det kommer opp til behandling. Én ting er at det kan være at representantene ikke finnes i forsamlingen fortsatt, det er ikke det store problemet. For selv om de gjør det og partiene er der, så mange representanter at velgerne får det inntrykket at dette er nærmest tverrpolitiske, på grensen til apolitiske, forslag av rent teknisk karakter, og så finner man først ut etterpå at ja, men dette er jo et reinspikka SV-forslag eller et helodlet Høyre-forslag. Det er altså slik at vi gjennom den måten å fremsette forslag på ikke gir den vanlige veiledningen som mange velgere bruker for å se hvem som har stilt seg bak forslagene. Jeg vil nesten kalle det falske venner, for de er der ikke når man trenger dem, altså når forslagene senere skal vedtas. Disse bemerkningene før vi da altså nedstemmer det forslaget som foreligger fra et mindretall.

foreslås det å endre Grunnloven slik at Stortinget trer sammen første virkedag i september, altså en måned tidligere enn i dag. Siden det er stortingsvalg i september hvert fjerde år, foreslås det at denne endringen ikke skal gjelde de årene det er stortingsvalg. Da skal Stortinget fortsatt tre sammen på første virkedag i oktober, slik som i dag. I samsvar med dagens ordning trer Stortinget hvert år sammen til ny sesjon den første virkedagen, inkludert lørdag, i oktober måned,

Jeg vil derfor bruke litt tid på å gå igjennom noen av de vurderinger som er gjort i denne saken, og hvorfor komiteen har konkludert slik den har gjort. Forslagsstillerne har vist til at arbeidsmengden før jul og før sommeravslutningen ofte er svært høy, med møter til langt over midnatt. Det er vel en observasjon vi alle kan kjenne oss igjen i. En ordning med en noe lengre sesjon kunne etter forslagsstillernes syn bidra til en jevnere arbeidsmengde i året sett under ett. Representanter bruker ofte sommeren til å besøke sine fylker og lokallag, besøke bedrifter og skoler eller ta sommerarbeid. Samtidig har Stortinget behov for en jevnere fordeling av arbeidsmengden knyttet til saksbehandlingen i Stortinget. Dette er en hovedbegrunnelse for forslaget. Forslagsstillerne peker på enkelte praktiske konsekvenser knyttet til det å starte sesjonen tidligere, men de konkluderer likevel med at disse konsekvensene kunne ha vært håndtert innenfor en ny ordning. Forslagsstillerne erkjenner samtidig at det er argumenter mot å samle Stortinget tidligere enn første virkedag i oktober, nemlig det faktum at det avholdes stortingsvalg andre eller tredje mandag i september. Perioden fra valgdagen til første virkedag i oktober måned synes som en rimelig tid for å kontrolltelle stemmer og kvalitetssikre gjennomføringen av stortingsvalget. Men forslaget tar imidlertid hensyn til at Stortinget i de årene hvor det er stortingsvalg, bør samles på samme tidspunkt som i dag. En annen praktisk konsekvens ville vært at man måtte justere dagens praksis med at Stortingets høytidelige åpning sammenfaller i tid med Kongens trontale og regjeringens budsjettframleggelse. Det kan imidlertid argumenteres med at dette ikke burde være en uoverstigelig hindring. En framskyndelse av Stortingets høytidelige åpning ville på den ene siden bety at man ville foretrekke å framskynde trontalen og budsjettframleggelsen tilsvarende. Det vil kunne ha noen praktiske, men ikke uoverstigelige, konsekvenser for regjeringens budsjettarbeid. Jeg tror vi skal erkjenne at dagens ordning er beregnet på en annen tid med andre kommunikasjonsmuligheter for representantene. Spørsmålet er likevel om en noe lengre sesjon ville ha bidratt til en jevnere arbeidsrytme. Det er slett ikke sikkert. Det sentrale spørsmålet her er om det For det er altså slik at Stortinget allerede i dag har anledning til å avholde møter i september. Vårsesjonen varer helt fram til ny sesjon starter. Det er derfor ikke nødvendig å endre Grunnloven for å ha et aktivt stortingsarbeid også i september. Det kommer helt an på hvordan Stortinget selv velger å legge opp sitt arbeid, hvordan Stortinget selv organiserer og disponerer Man er ikke avhengig av en grunnlovsendring for å sørge for en optimal framdrift i arbeidet på Stortinget. Samtidig er det viktig å huske på at det også i de plenumsfrie periodene foregår et aktivt arbeid på ulike arenaer. Selv om det ikke skjer i selve stortingssalen, er det likevel et høyt aktivitetsnivå, men kanskje ikke like synlig for allmenheten i form av plenumsmøter i stortingssalen. Det bør samtidig nevnes at det kunne bli relativt komplisert dersom Stortinget i plenum skulle være fullt operativt midt en lokal valgkamp. Et klart flertall i komiteen har kommet fram til at Stortinget har tilstrekkelig grunnlag, fleksibilitet og de nødvendige hjemlene som trengs for å kunne organisere sitt arbeid på en hensiktsmessig måte. Flertallet mener derfor at det ikke er nødvendig med en grunnlovsendring på dette punktet, og bifaller ikke forslaget.

man prøver å gjennomføre tunge prosesser internt i et konsern eller forsøker å gjennomføre organisasjonsendringer, verken på skoler eller andre steder. Nå skal det sies at skoler er et særtilfelle, men i bedrifter er det å sende ut en mail til noen i juli måned og be om svar på en høring, det samme som å gi beskjed om at man egentlig ikke vil ha et svar den nærmeste tiden. men i bedrifter er det å sende ut en mail til noen i juli måned og be om svar på en høring, det samme som å gi beskjed om at man egentlig ikke vil ha et svar den nærmeste tiden. På Stortinget er det litt spesielt, for vi har jo organisert oss slik at det står stille i 3,5 måneder. I midten eller i slutten av juni – det er vel 17. juni i år – har vi vår siste møtedato, og fram til 1. oktober er det altså ikke stortingsmøter. Det er et referatmøte på slutten, men i den perioden på 3,5 måneder er det altså ikke stortingsmøter. Jeg vil Jeg vil argumentere for at det er tre hovedproblemer med dette: Det ene er at det er problematisk med tanke på at staten Norge skal kunne fatte effektive, fleksible og gode beslutninger og ha effektive, fleksible og gode beslutningsprosesser. Det andre er at det er et problem for demokratiet, og det tredje er at det gir et inntrykk av at stortingsrepresentanter lever et slaraffenliv med mer ferie enn alle andre, og at vi sågar bevilger oss det selv. Alle disse tre tingene vil jeg gjerne adressere. Jeg vil understreke at én av måtene å gjøre noe med dette på er å endre Grunnloven, for jeg er enig med saksordføreren i at det finnes alternative måter å gjøre dette på.

der budsjettet står i sentrum – det kjenner alle til som har sittet på Stortinget. Alle høringer og all kontakt med organisasjoner, næringsliv og andre er hovedsakelig knyttet opp mot den budsjettprosessen som foregår, særlig i en periode når vi har mindretallsregjering. Med flertallsregjering er det litt mer stø kurs, men med mindretallsregjering er det mer «action» på Stortinget – hvis det er anledning til å bruke det uttrykket. uttrykket. Det gjør at vår tid som stortingsrepresentanter går til dette arbeidet. Men det betyr også at i mange av de lange prosessene som går i statlig regi, regjeringen og forvaltningen beskjed til utenforstående aktører – slik som næringsliv, underliggende etater, utbyggere og andre – om at hvis du skal forvente å få igjennom noe, er du nødt til å holde deg unna. Altså: Hvis vi skal ta saker i Stortinget, må vi holde dem unna de prosessene som tas om høsten. La meg ta et eksempel: PUD-er, behandlingen av plan for utbygging og drift av

med de store økonomiske konsekvensene det eventuelt har for et oljeselskap som er inne i de prosessene. Vi opplevde veldig tydelig – og jeg opplevde det veldig tydelig – at det var et betydelig tidspress i forbindelse med behandlingen av Johan Sverdrup-saken, den største utbyggingen som har skjedd på norsk sokkel i overskuelig fortid. Det var et betydelig press på å rekke tidsfristene som lå der, for hvis man ikke klarte å hvis man ikke klarte å rekke de tidsfristene som forelå fra departementet, risikerte man å forskyve hele prosessen med ett år, med store økonomiske konsekvenser. Dette er et eksempel på en sak der vi hadde hatt muligheten – hvis vi hadde hatt bedre tid og satt av mer tid om høsten, hvis vi hadde begynt i september slik grunnlovsforslaget legger opp til, å si klart ifra: Vel, vi har tidsvinduet om våren, men vi har også et tidsvindu om høsten til å ta en ordentlig behandling hvis vi ser at prosessen forskyves noe. Det er den ene siden av saken, som jeg mener er viktig å understreke. En

saken er det som handler om demokrati. Jeg mener at vi i denne regjeringsperioden har sett flere eksempler på at saker blir fremmet sent, at et flertall som gjerne i forkant har forhandlet seg fram til noe, bestemmer seg for å drive sakene igjennom på en folk, offentligheten, for lite tid til å se grundig igjennom dem og se på de store konsekvensene som følger av dem. De får for lite tid til å gi innspill i god tid til høringer. Det gir oss også for lite tid til behandling av sakene i Stortinget, fordi vi får dette presset med at det skal drives igjennom på kortest mulig tid. Det har to konsekvenser: Det ene er at vi som stortingsrepresentanter får for liten mulighet til å stille spørsmål og til å få gravd i sakene. Den andre konsekvensen er at vi får mindre tid til å forhandle oss fram til de gode løsningene. Jeg mener begge disse tingene utgjør et problem, og det utgjør i særlig grad et stort problem for mindre partier, fordi mindre partier har det fordi mindre partier har det ved seg at de er små. Veldig mange av oss sitter vanligvis alene i komiteen. Alle partier bortsett fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre komiteen. Når vi da får en haug med representantforslag, klimaforslag, en energimelding – fra min komité – som skal behandles i løpet av ekstremt kort tid, utgjør det et demokratisk problem for de mindre partiene, men det er ikke det store demokratiske problemet.

til å sette seg inn i dette brede arbeidet, noe som krevde tid. Det var tilsvarende i samferdselskomiteen, der vi fikk hele jernbanereformen i fjor vår. Den ble behandlet på så kort tid at det etter min oppfatning var udemokratisk, og det store mindretallet sa klart ifra at dette var en udemokratisk framgangsmåte, og at vi fikk for liten tid til dette. Hadde vi hatt tiden i september til å behandle det, så hadde vi hatt muligheten til å skyve på det og bevilge oss selv mer tid. Så jeg mener dette utgjør et demokratisk problem, både fordi vi har rigget oss slik at høsten har budsjettet, og våren har andre saker, og fordi vi på død og liv – både i regjering og ellers – skal «trøkke» sakene igjennom før sommeren og får for lite tid. Hvis vi ser på Hvis vi ser på arbeidsbelastningen og hvordan den svinger gjennom året for oss som er stortingsrepresentanter, er det ikke noen tvil om at det hadde vært bedre å få spredd den lite grann. Så til det siste momentet, og stortingsrepresentantenes slaraffenliv: Jeg husker veldig godt den gangen presidentskapet bestemte seg for at i stedet for å ha «møtefrie uker», så endret vi måten dette ble omtalt på på våre hjemmesider, slik at det nå står at disse ukene er «til disposisjon for komitémøter» etc. Det handler om å framstille virkeligheten på en annen måte, og virkeligheten er jo den vitterlig – at stortingsrepresentanter gjør veldig mye annet enn å sitte i møter på Stortinget. Men alle vi som har vært her en stund, vet at en ikke klarer å lage noen ordentlige møteplasser som involverer alle partiene på en skikkelig måte når det er «møtefritt» eller tid som er satt av til disposisjon for andre. Det er det bare å glemme. Det er ingen komiteer som i vesentlig grad har framdrift på saker i andre halvdel av august og som i vesentlig grad har framdrift på saker i andre halvdel av august og i september. Det er ikke slik at saker drives fram i den perioden. Det er ikke slik at det arrangeres brede seminarer med brede tanker om naturmangfold eller andre ting, slik vi gjør i den perioden det er stortingsmøter, rett og slett fordi en ikke får den oppslutningen av representanter som er nødvendig for at det skal være fruktbart nok.

Jeg tror lærerne sliter med å si at nei, nei, disse åtte ukene som de har fri, er ikke fri, men avspasering. Nå vil jeg nødig kalle det vi holder på med i 3,5 måneder for «avspasering», og det er det heller ikke, men det er vitterlig slik at det er roligere, og at det ikke er den ordinære framdriften på lovarbeid og stortingsarbeid. Det er mer opp til den enkelte representant og det man i fellesskap arrangerer av reiser og den type ting for komiteene, det er det som driver oss fram. Når en tenker på at nesten en tredjedel av året – sammenhengende – er uten stortingsmøter, sier det seg selv at det burde være helt unødvendig med alle de 20-timersdagene som vi har i mai, hvis vi hadde evnet å fordele dette arbeidet bedre utover året. Det er også et argument for at vi burde gjøre det slik. Så til Grøvan og merknadene til komiteens flertall: Det står veldig klart i komiteens flertallsmerknader at det finnes allerede muligheter for å gjøre noe med dette i dag, og jeg vil gjerne invitere til en diskusjon om det. Måten å gjøre noe med dette på i dag er at presidentskapet bestemmer seg for, etter å ha konsultert med alle gruppelederne, at vi har ordinære møter i den delen av året der vi i dag ikke har møter, at vi følger skolene og bruker andre halvdelen av august og fram til 1. oktober. Da har vi møter,

Det kunne vi gjort, men vi gjør det ikke, fordi Stortingets presidentskap har valgt ikke å benytte den muligheten som finnes i Grunnloven i dag, og som finnes i Stortingets forretningsorden, til å møtes i den perioden mellom andre halvdel av august – eller fra 1. september – og ut til 1. oktober for å drive fram sakene og ha ordinær stortingsbehandling. Jeg ser jo at det ikke er flertall for det vi

ha en mer fleksibel behandling av saker. Vi burde ha et mindre rigid program enn det vi har i dag, med budsjett om høsten og de andre tingene om våren, og med et enormt hastverk fram mot sommeren. Vi burde istedenfor sette av mer tid på begynnelsen av høsten til å ha ordinære møter, ordinære debatter og ordinær saksbehandling i Stortinget.

bedrifter og skoler, eller til lønnet sommerarbeid.» Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i en slik beskrivelse av at stortingsrepresentantene ofte tar lønnet sommerarbeid. Jeg går ut fra at dette er formuleringer som opprinnelig sto i representantforslaget. Men det gir liksom ekstra tyngde når komiteen skriver det, sågar enstemmig, i innstillingen. Jeg har vært på dette huset i ganske mange år, og jeg kjenner meg ikke igjen i den situasjonen. Det kan sikkert ha skjedd unntaksvis at noen stortingsrepresentanter har tatt lønnet sommerarbeid, men det er ikke situasjonen. Og det er i hvert fall ikke riktig at dette skjer ofte, slik det står i innstillingen. Jeg synes vi skal være svært forsiktige med å skrive For det første er det ikke riktig, og for det andre er dette å gi rett til alle dem – ja, jeg skal ikke kalle dem noe – men alle dem som skriver i kommentarfeltene og andre steder om den såkalt lange sommerferien til stortingsrepresentantene. Ved å skrive slikt bidrar vi etter min oppfatning på mange måter til å legitimere

Derimot er både eg og heile komiteen ueinig med forslagsstillarane i at det er behov for å innføra nye konstitusjonelle reiskapar for å sikra langsiktigheit og låsa politiske vedtak for lengre tid enn det som i dag er mogleg gjennom vanlege fleirtalsvedtak i Stortinget. Komiteen er av den oppfatning at ei konstitusjonell regulering som den forslagsstillarane legg opp til, i enkelte tilfelle kan verka mot si hensikt og f.eks. vera til hinder for nye, nødvendige reformer. Komiteen støttar heller ikkje forslagsstillarane når dei meiner at gjeldande parlamentariske og konstitusjonelle verkemiddel ikkje er tilstrekkelege, og at det å innføra ei ny «semikonstitusjonell» vedtaksform vil kunna sikra behovet for langsiktigheit og stabilitet, samtidig som ein varetek den nødvendige fleksibiliteten i vedtaksprosedyrane. Omgrepet «rammevilkår for næringslivet» er ofte knytt opp til vedtak om skattesatsar og skatteformer, men det er jo meir enn det òg. For næringslivet er det viktig at den generelle

økonomi veit me at ei krise ofte kan koma raskare og vera mindre føreseieleg enn det me var vane med i den gamle, meir lukka økonomien. Difor vil semikonstitusjonelle vedtak òg på mange måtar forhindra ei regjering frå å kunna møta verkelegheita i økonomien på ein måte som gjev gode rammevilkår for næringslivet. Rammevilkår er som sagt meir enn skatte- og avgiftsvedtak.

Det kan neppe sies å være særlig provoserende å slå fast at det er hensiktsmessig med kroner og øre som valuta og pengeenhet i Norge, men det betyr ikke nødvendigvis at det er klokt å skrive det inn i Grunnloven, med alt det som det medfører. Vi mener at det ikke er klokt å gjøre det, og vi anbefaler at forslaget ikke bifalles. For det første er det ikke sånn at full råderett over penge- og myntsystem krever at en spesifiserer pengeenheten i Grunnloven. Jeg ser faktisk ikke den koblingen i det hele tatt. Vi har full råderett også i dag og ville ikke fått større råderett dersom vi hadde bifalt forslaget her i dag. For det andre er det ikke tradisjon for å grunnlovfeste pengeenheten i vår europeiske kultursfære. Forslagsstillerne henviser til USA og deres grunnlovfesting av dollar som pengeenhet, men bakgrunnen i USA var å stille minstekrav til eventuelle nye stater som ønsket å bli tatt opp i unionen, og kan på ingen måte sammenlignes med den situasjonen vi har i Norge. For det tredje er det sånn at det kan oppstå situasjoner som gjør at det kan være i vår nasjonale interesse å ha den samme fleksibiliteten som vi har i dag, altså at pengeenheten er hjemlet i sentralbankloven heller enn i Grunnloven. Så tror jeg at jeg skal komme eventuelle angrep litt i forkjøpet og si at det betyr selvfølgelig ikke at Høyre ønsker en raskest mulig innføring av euro eller en annen valuta til erstatning for kroner Det betyr akkurat det vi skriver i merknadene og det jeg sier nå, nemlig at en eventuell framtidig økonomisk krise kan ha dimensjoner og fasetter som vi gjerne ikke kan forutse i dag. Da vil det være en fordel om sentralbanken og regjeringen har flest mulig virkemidler for hånden. Det vil i alle fall ikke være en ulempe. Med den begrunnelsen vil jeg som saksordfører anbefale at forslaget ikke bifalles. Når det Når det gjelder neste sak, om grunnlovfesting av Norges Bank, har det en annen forhistorie. Det har stått i Grunnloven tidligere. Det er også vanligere at land i vår kultursfære har en grunnlovfesting av sin nasjonale sentralbank, og vi anbefaler at det forslaget bifalles. Jeg tar ordet, nærmest for protokollens skyld, for å si at det er

Men grunnen til at jeg og de andre medlemmene av komiteen fra Arbeiderpartiet er for dette forslaget, er rett og slett at saksordføreren har gjort en veldig god jobb med å skrive ryddige merknader, som gjør akkurat det som saksordføreren sier: slanker budskapet og gir en klar beskjed om hva dette forslaget dreier seg om, og ikke minst – ut fra saksordførerens innlegg – hva det ikke dreier seg om. Jeg er imot at Norge skal innføre f.eks. euro. Men dette forslaget dreier seg ikke om det. Dette forslaget vil ikke rokke ved råderetten vår. Dette forslaget vil ikke gi oss mer mulighet eller verne oss mot mindre mulighet til å føre den fiskale politikken som har vært Norges suksessoppskrift over mange tiår, nemlig å kunne bruke den økonomiske politikken som justering både for arbeidsledighet og for fordeling av muligheter i dette landet. Jeg er for å kunne ha den muligheten. Samtidig er jeg også for flertallsinnstillingen om ikke å bifalle dette forslaget fordi man er nødt til å ta høyde for justeringer som man trenger å gjøre i framtiden, som en nødvendigvis ikke har oversikt over i dag. Derfor er det fornuftig å gå for flertallets innstilling, som sier at dette forslaget ikke bifalles. Det er

Senterpartiet er det å føre en økonomisk politikk noe Stortinget har ansvaret for – å føre en økonomisk politikk som er til gagn for Norge. Hele vår historie har vist at det er en stor fordel å ha en egen valuta, fordi valutaen da vil stå i et nært og dynamisk forhold til den økonomiske utviklingen i landet. Det er så grunnleggende å ha den nære og dynamiske mellom økonomisk utvikling og valuta. Historisk har vi gjentatte ganger fått erfare at en egen valuta er nødvendig for bl.a. å medvirke til full sysselsetting. Dagens utfordring viser jo til fulle hvor viktig det er med en egen valuta tilpasset vår økonomiske situasjon. Det er noe som kommer veldig lite fram i diskusjonen – koblingen mellom valuta og økonomisk situasjon. Hadde ikke nåværende regjering hatt en egen valuta, så hadde en ikke hatt det viktigste virkemidlet som regjeringa bruker for å medvirke til større sysselsetting og mindre arbeidsledighet. Så det er ganske spesielt at forslaget ikke blir vedtatt. Men det ligger vel her et ønske om å ha en mulighet for å å kunne gjøre endringer uten å gå veien om den grunnlovsmessige endring det vil innebære. Et grunnlovsmessig vern er etter vår vurdering avgjørende viktig, og det vil skape forutsigbarhet. Fra Skutle snakkes det her om at ved en økonomisk krise er det viktig ikke å ha det grunnlovfestet. Det er jo nettopp ved en økonomisk krise det er vesentlig å ha en egen valuta som da er tilpasset den krisens karakter – som i Norge. Så det er for Senterpartiet ikke noe argument. Vi fikk en klargjøring her fra partiet Høyre ved at en nå ikke arbeidet for raskest mulig å få euro inn i Norge, sjøl om vi ikke er med i EU. Det er en nyansering i forhold til hva det har vært før. Det er jo partiet Høyre som sterkest ønsker sterkest ønsker medlemskap i Den europeiske union, og det er disse kreftene med Høyre i spissen som ivrer for at Norge skal innføre euro som valuta i Norge istedenfor kroner – sjøl om en ikke er en del av EU. Men nå har vi altså fått det presisert her at en ikke lenger har som mål å få det raskest mulig, men fortsatt har en det som mål. Vel, det er et klart forslag, et enkelt forslag fra Senterpartiet, og jeg tar opp Senterpartiets forslag til vedtak.
Da har representanten Bård Vegar Solhjell

ein stor feil dersom han tolkar den manglande støtta til det forslaget som manglande støtte til Senterpartiets EU-syn, fordi absolutt alle tenkjelege kombinasjonar av synspunkt på EU/EØS som finst i norsk politikk, er representerte blant dei partia som ikkje støttar det forslaget. Og det er heller ikkje sånn at forslaget lyder at Noreg skal ha ein eigen valuta. Forslaget lyder slik: «Den norske pengeeininga er ei krone. Krona er delt i hundre øre.» Det er eit anna forslag enn eit eventuelt forslag om at Noreg skal ha ein eigen valuta. Det er jo sånn at Noreg gjennom all tid – iallfall i moderne tid – har hatt ein eigen valuta, men kva pengeeininga har vore, det har vi faktisk tidlegare gjennomført endringar i i Noreg. Eg kan ikkje seie at det er særleg godt grunngjeve at vi skal ha i Grunnlova eksakt kva for pengeeining vi skal ha i Noreg. Det høyrer heime i anna lovgjeving, som i dag. At vi derimot skal ha ein sentralbank med dei oppgåvene som er, som ein av dei sentrale samfunnsinstitusjonane våre, høyrer heime i Grunnlova. Det er for så vidt òg ryddig at for alle vedtak vi skal gjere i samband med debatten om EU-medlemskap på den eine eller andre måten, skal prosedyrane på det vere som dei alltid har vore. Så i den grad nokon no inviterer til at dette har med prosedyrar å gjere: Så i den grad nokon no inviterer til at dette har med prosedyrar å gjere: Vi gjer med dette som vi har gjort med dei tidlegare forslaga; vi bevarer dei prosedyrane vi i dag har. Derfor trur eg det er mest korrekt å tolke den manglande oppslutninga om dette forslaget i dag som at det rett og slett dreier seg om saka, om sjølve forslaget. Og då er SVs syn at det ikkje er riktig at pengeeiniga skal vere del av Grunnlova vår. Med dei korte orda gjev eg meg. Vi har sikkert

Ordlyden i § 110 lå fast helt frem til 1911 da denne paragrafen ble benyttet til grunnlovfesting av statens reservefond i stedet for Norges Bank. Og Norges Bank har etter dette ikke vært grunnlovfestet. Norges Bank er en av de eldste sentralbankene i verden og ble stiftet i 1816. I Sverige har de på sin side den eldste sentralbanken i verden, helt fra 1668. Sveriges Riksbank har vært grunnlovfestet og 1668. Sveriges Riksbank har vært grunnlovfestet og omtalt i regjeringsformen i flere hundre år. Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Venstre, viser til at flere av de øvrige overordnede samfunnsinstitusjoner i Norge er grunnlovfestet, og det er etter flertallets vurdering naturlig at også Norges Bank, som en av de viktige samfunnsinstitusjonene, blir omtalt i Grunnloven. Flertallet viser til at Norges Bank er nærmere regulert i sentralbankloven, og at grunnlovfestingen derfor ikke får noen konsekvenser for funksjonen eller rollen til Norges Bank som sentralbank. Denne forblir uendret. Komiteens flertall tilrår på denne bakgrunn at forslaget til ny § 33 bifalles, slik at bestemmelsen på bokmål og nynorsk lyder henholdsvis: «Norges Bank er landets sentralbank. – Noregs Bank er sentralbanken i landet.» Det antas at komiteens medlem fra Venstre selv vil argumentere for at Venstre ikke bifaller forslaget om grunnlovfesting av Norges Bank. Med dette anbefaler jeg komiteens tilråding slik den fremgår av innstillingen i saken. Jeg tar ordet for det

over hvor det helt riktig påpekes at en grunnlovfesting av Norges Bank ikke får noen konsekvenser for funksjonen eller rollen til Norges Bank som sentralbank». Og så kommer det jeg reagerer på: «Dette medlem», fra Venstre, «er imot å ta inn selvfølgeligheter og tillegg som ikke har noen reell betydning i Grunnloven.» Sentrale samfunnsinstitusjoner som er en del av vår statsforvaltning, er ikke selvfølgeligheter. Jeg vil minne om at da vi diskuterte og gikk gjennom grunnlovsrevisjonen opp mot jubileet i 2014, var noe av poenget

og modernisere Grunnloven til å være et sted man kan gå for å lære om hvordan Norge ser ut. Det vil man bedre kunne gjøre med å ta inn denne paragrafen om at Norges Bank er landets sentralbank. Jeg vil først slutte meg til det som foregående taler,

sier at det å grunnlovfeste Norges Bank er å grunnlovfeste selvfølgeligheter. Det er ingen grunn til å holde noe langt innlegg annet enn å støtte det som saksordføreren har sagt. Norges Bank ble skipet i 1816 og har tidligere vært inne i Grunnloven. Dette grunnlovsframlegget vi nå behandler, bygger på en statsrettslig og historisk utgreiing om grunnlovfesting av Norges Bank som Finansdepartementet, av alle, gjorde opptakten til i 2011. Arbeidet ble gjort av professorene Eivind Smith på juridisk side og Aanund Hylland, samfunnsøkonomi og avgjerdsteori, ved Universitetet i Oslo og levert 2011. Utgreiinga følger med som vedlegg til grunnlovsframlegget. Det er en enkel paragraf som er satt opp med § 33: «Norges Bank er landets sentralbank.» Jeg vil bare avslutningsvis si – det er ikke alle som er klar over det, og det er viktig å få det i protokollen at tidligere statssekretær Morten Søberg fra Senterpartiet i Finansdepartementet har hatt et sterkt engasjement for saken og har gjort et grundig arbeid for å få fram dette grunnlovsforslaget til vedtak. Jeg vil berømme arbeidet som tidligere statssekretær Morten Søberg har gjort, som forhåpentligvis nå

konstitusjonskomiteen, det ene kommer og det andre går, for å si det sånn, men det er nødvendig at vi greier å opprettholde fokus og konsentrasjon, særlig tatt i betraktning av at det åpenbart – igjen, vil jeg si – er gjort et veldig grundig, ordentlig og skikkelig arbeid fra Riksrevisjonens side. Det er jo slik at man i denne saken konkluderer med at den skal vedlegges protokollen. Men den har en felles side, og det er at en samlet komité – i all hovedsak – slutter opp om de anbefalingene som Riksrevisjonen har, og som altså framkommer i innstillingen. Det er alternative merknader i denne saken. Jeg skal i mitt innlegg nå gi et oversyn over saken, og så legger jeg til grunn at de alternative kolleger og representanter i kontrollkomiteen redegjør for det de måtte finne grunnlag for å ta opp i tillegg til det jeg nå skal si. Jeg har allerede sagt at dette er et grundig arbeid fra Riksrevisjonens side. Jeg passer på å si det, fordi jeg skjønner hvor mye arbeid det er, og jeg vil takke Riksrevisjonen for en god og – vil jeg si – en viktig rapport. Den handler om undersøkelsen av myndighetenes arbeid med å fremme energieffektiviteten i bygg i Norge. Den omfatter årene fra 2009 og fram til 2015. Et av hovedmålene i bygningspolitikken er å oppnå godt utformede, sikre, energieffektive og sunne bygg. Det har vært et mål for Stortinget at energibruken i bygg skal reduseres vesentlig innen 2020 ved hjelp av juridiske og økonomiske virkemidler og ikke minst ved hjelp av informasjon. Energieffektiviseringen innebærer tiltak på bygninger som gjør at det er mulig å oppnå samme komfort eller produksjon som før, men med et lavere energibruk. Sentrale statlige virkemidler for energieffektiviseringen i bygg er bygningsregelverket, Enovas støtteordninger, Husbankens grunnlån samt informasjon ut om ordningene. Som vi vet, er det Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har hovedansvaret for bygningspolitikken, og Olje- og energidepartementet som har hovedansvaret

til redusert energibruk i bygg. Enovas tilskudd til yrkesbygg har kun begrenset effekt, og Enovas boligsatsing har liten effekt. Husbankens grunnlån har begrenset effekt på kort tid, og – til slutt – det er fortsatt et stort behov for informasjon ut til folk om energieffektivisering ut til folk om energieffektivisering og for bedre samordning av informasjon fra departementets side. Alt dette framkommer i rapporten. Da er vi igjen tilbake til det som vi litt for ofte opplever, at de mål som Stortinget har satt – i dette tilfellet altså med bruk av energifremmende tiltak i vår ikke fungerer etter hensikten, at vi er langt unna målet, og at det er vanskelig å nå det. Så må jeg si at komiteen er svært fornøyd med Riksrevisjonens anbefalinger om at Olje- og energidepartementet nå gjør en gjennomgang og ser om Enovas støtteordninger fungerer og faktisk fører til redusert Komiteen understreker at arbeidet med å informere bedre om de eksisterende støtteordningene må økes betydelig. Jeg ser at statsråden sitter her, og det er bra, for dette er noe som adresseres direkte til hans ansvar og hans departement. Komiteen stiller seg svært undrende til at det ikke er gjort et bedre informasjonsarbeid rettet mot brukerne om de støtteordningene som faktisk finnes. Blant annet framheves det i Riksrevisjonens undersøkelse at Husbankens grunnlån er svært lite kjent. Informasjon om ordningen er uklar og knapp, og den dekker i liten grad boligeiernes behov for å få til bedre energieffektivisering av boligen sin. Det er også viktig, etter komiteens syn, at byggenæringen informeres godt og bredt om de ulike ordningene på dette feltet. Byggenæringen har en viktig rolle som rådgiver overfor husholdningene. Boligeierne bruker ofte aktører i byggevarehandelen – og håndverkere – på energieffektivisering når det skal gjennomføres oppussingsarbeid. Derfor er det også viktig at byggenæringen kjenner godt til de ordningene som faktisk finnes, og det er altså ikke faktum i dag, slik det framkommer i rapporten. Dette er jo ganske mange kritiske merknader, men det gjenspeiler altså den rapporten som Riksrevisjonen har levert Stortinget på dette punktet. Det er en samlet som i det alt vesentlige slutter seg til disse konklusjonene og også til de anbefalingene som framkommer i innstillingen, og som støtter det som Riksrevisjonen foreslår som veien videre. Det er å håpe at en behandling her i Stortinget fører til at regjeringen tar dette veldig konkret og følger dette ordentlig opp, og at vi sørger for å ha virkemidler, som vi har stilt til disposisjon, og som har til hensikt å nå de målsettingene som Stortinget har satt. Dette er også selvfølgelig et viktig miljøprosjekt.

Jeg vil imidlertid understreke at vi i Norge er gode på energieffektivisering i bygg. La meg understreke at det er få land som har en så energieffektiv bygningsmasse som oss. Nye bygg er mer energieffektive enn eldre bygg. Sakte, men sikkert bygger vi en mer energieffektiv bygningsmasse. Vi har i lang tid hatt strenge energikrav til bygg, og de har blitt skjerpet ytterligere siden Riksrevisjonen leverte sin rapport. Regjeringen har fulgt opp klimaforliket med nye energikrav til bygg fra 1. januar i år. Kravene gjør bygg 20–25 pst. mer energieffektive enn før. Selv om energikravene i byggteknisk forskrift først og fremst gjelder for nybygg, har de også effekt for eksisterende bygningsmasse. Regelverket skal ikke regulere alt arbeid i et eksisterende bygg. Dersom energikravene skulle gjelde fullt ut for mindre byggearbeider, er det fare for at det ville gitt store merkostnader uten særlig energieffekt. Energikravene gjelder ikke bare ved hovedombygging – det er viktig å poengtere. Plan- og bygningslovens krav gjelder for alle søknadspliktige tiltak der de er relevante, altså når de fyller en funksjon og har en effekt. Mye taler likevel for, som komiteen også understreker, at regelverket for eksisterende bygg ikke er tydelig nok. Dette trekker også Riksrevisjonen frem. Departementet har fått SINTEF Byggforsk til å kartlegge praksis og forståelse av plan- og bygningsloven når det gjelder tiltak på eksisterende bygg. For mange er det uten tvil uklart hvordan regelverket skal forstås. Jeg tar dermed med meg Riksrevisjonens funn og komiteens merknader i det videre arbeidet med regelverksutformingen.

Husbanken har satt ut to utredninger som skal gi bedre kunnskap til å utforme fremtidens grunnlån. Det er imidlertid viktig å huske på at andre forhold har betydning for låneetterspørselen. God tilgang på kreditt og lav rente i det private markedet gjør at behovet for grunnlån er mindre. Nordmenn bruker mye penger på oppussing – om lag 70 mrd. kr hvert år. Det er likevel relativt få som samtidig benytter sjansen til å gjøre boligen mer energieffektiv. Kompetansen om energieffektivisering i byggenæringen varierer og er i mange tilfeller mangelfull. Dette jobber vi for å gjøre noe med gjennom Lavenergiprogrammet. Programmet er et samarbeid mellom statlige De lager kurs for håndverkere, samarbeider med byggevarehandelen om å få informasjon ut til lokale håndverkere og forbrukere og lager læremidler til utdanning innen byggfag. Undersøkelser viser at kunnskapen om energieffektive bygg har økt i byggenæringen i de siste årene.

fra 2017. DiBK vil da kunne samordne regelverksutvikling med informasjonstiltak på en annen og bedre måte enn i dag. Jeg vil for øvrig understreke at det er et godt samarbeid mellom Olje- og energidepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Våre underliggende etater jobber også godt sammen.

Me har valt å kommentera vedtak der me meiner at oppfølginga ikkje er sluttført eller tilfredsstillande. Det som er bra, er at regjeringa har endra tidspunktet for framlegginga av stortingsmeldinga. Det er hensiktsmessig at meldinga vert lagd fram i januar det påfølgjande året, for då kan det ha gått noko lengre tid etter at vedtaket vart fatta. Dersom eit oppmodingsvedtak er følgt opp gjennom omtale og/eller løyvingsforslag i departementets budsjettproposisjon, kan det òg omtalast og verta gjengjeve i meldinga. Det vil bidra til ei meir heilskapleg rapportering om oppfølginga av Stortingets oppmodings- og utgreiingsvedtak. Så komiteen ber om at det vert gjort gjeldande framover, slik at neste melding òg vert lagd fram i det påfølgjande året, og

Ein kan lura på kva som er vitsen med å få eit fleirtal i Stortinget dersom ikkje ting vert gjennomført og følgde opp. Frå sesjonen 2013‒2014 er det framleis tre vedtak der me avventar oppfølging frå regjeringa før ein kan kvittera dei ut. Eg tenkjer ikkje å gå inn i alle vedtaka, det står ryddig og greitt i innstillinga vår. Eg skal berre gå gjennom eit par vedtak som me avventar. For Finansdepartementet

og bad dei vurdera det som stod, og dei skriv ‒ no kan eg ikkje lesa heile referatet, men eg skal lesa litt av det: «Selv om finanskomiteen anerkjenner at det er krevende å vurdere ytterligere krav til fyllestgjørende informasjon som kan synliggjøre uønsket skattetilpasning, også sett i lys av og de ytterligere økonomiske og administrative kostnader dette vil ønsker komiteen å gi uttrykk for betydningen av fortsatt rask fremdrift knyttet til arbeidet med å få enda større åpenhet knyttet til kapitalstrømmer i det internasjonale kapitalmarkedet. Finanskomiteen anser at krav om land-for-land-rapportering er et viktig bidrag i denne sammenheng, og mener at regjeringen bør gi dette arbeidet prioritet.» Me som kontrollkomité viser til dette, og me avventar ei tilbakemelding frå departementet, som har varsla at ein skal koma tilbake til korleis ein skal følgja opp vedtaket. Det same gjeld Utanriksdepartementet. Der er det eit viktig forslag. Der står det: «Stortinget ber regjeringen legge fram sak om barnekonvensjonens tredje tilleggsprotokoll om individklagerett i løpet av 2015.» Utanriksdepartentet uttalte i brev 16. desember 2015: «Regjeringen vil legge melding til Stortinget om denne saken i løpet av vårsesjonen 2016.» Me i komiteen må dessverre berre skriva at me avventar, for me kan heller ikkje sjå at denne saka per i dag har kome til Stortinget. Eg vil avslutta med å seia at det er mange vedtak, og det er veldig mange som ikkje er følgde opp. Det synest eg ikkje er

«Merkeordning for mat er vitalt for forbrukere. Heller ikke forslag til dagligvareportal er fulgt opp, til tross for Stortingets klare vedtak og intensjon.» Kontrollkomiteen sier her at vi «anser på dette grunnlag at vedtaket ikke er tilfredsstillende fulgt opp.» Vi har også vedtak nr. 52 av 1. desember 2014 fra Nærings- og fiskeridepartementet, som gjelder: «Stortinget ber regjeringen utforme tiltak som kan bedre de ideelle tjenesteleverandørenes rammebetingelser i anbudskonkurranser.» Her har vi akkurat samme situasjon. I næringskomiteens svarbrev til kontrollkomiteen av 7. april 2016 sa næringskomiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet, at dette ikke er tilstrekkelig fulgt opp – og videre: «Her må bedre tiltak på banen for å gi disse organisasjonene den plass de fortjener.» Og kontrollkomiteen viser her til uttalelsen om vedtaket i næringskomiteens brev. Til slutt har vi vedtak nr. 246 av 11. desember 2014, som også gjelder de ideelle tjenesteleverandørenes anbudsbetingelser, hvor det heter: «Stortinget ber regjeringen utforme tiltak som kan bedre de ideelle tjenesteleverandørenes rammebetingelser i anbudskonkurranser.» På samme måte, brev fra næringskomiteen av 7. april 2016 – Næringskomiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet, viste til at dette ikke er tilstrekkelig fulgt opp, og uttalte: «Her må bedre tiltak på banen for å gi disse organisasjonene den plass de fortjener.» Og kontrollkomiteen «anser på dette grunnlag at vedtaket ikke er tilfredsstillende fulgt opp». Det er en gjenganger her. Det er en samlet næringskomité, med unntak av medlemmene Høyre og Fremskrittspartiet, som sier at Stortingets vedtak ikke i tilstrekkelig grad er fulgt opp. Jeg regner med at det som her har blitt skrevet fra kontrollkomiteen, blir tatt alvorlig av regjeringa, og at vi får en melding tilbake om hvordan dette er fulgt opp, sånn at vi kan se at Stortingets vilje blir gjennomført av regjeringa. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 14. Stortinget er da Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.
en her

Den

Stortinget er da klar til å gå til votering. Under debatten er det satt frem ett forslag. Det er forslag nr. 1, fra Ola Elvestuen på vegne av Venstre. Forslaget lyder: «Dokument 12:13 – Grunnlovsforslag fra

De øvrige partiene har varslet at de vil støtte innstillingen. Vi voterer ved navneopprop. De som stemmer for innstillingen, svarer ja, og de som